tror at folk kommer til å spille tilsvarende mer – tilsvarende disse fem lotteriene – eller deler man min bekymring om at dette vil få konsekvenser for overskuddet til Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige forhold, idrett og frivillighet. Ser ikke kulturministeren at det kan få de konsekvensene? Mitt spørsmål er: Hvis dette blir konsekvensene, har kulturministeren et motsvar til det? Jeg er ikke bekymret for at dette kommer til å utfordre enerettsmodellen. Hvis det hadde gjort det, hadde vi faktisk ikke foreslått det. Det står veldig klart i Sundvolden-erklæringen at det at vi åpner opp for private lotterier, ikke skal utfordre enerettsmodellen. Det har jeg hatt jevnlige møter med ESA om. ESA har altså opprettet en sak mot den forrige regjeringen, som hadde et regelverk som var meget uklart. Nå har vi altså klart å få til et som ESA faktisk har lukket saken på bakgrunn av. Jeg er ikke bekymret for det. Og jeg minner hele Stortinget om at grunnlaget for at vi har fått godkjent enerettsmodellen i ESA, er hensynet til de spilleavhengige – at vi faktisk har et ansvarlighetsregime. Det er det viktig å videreføre, og det er også grunnlaget for at regjeringen står fast på Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet til replikk, men altså: I stedet for at representantene fra regjeringspartiene bare skal holde sin tillærte lekse om det som skjedde i fortida, må det være mulig å få et svar på hva regjeringen synes er gode verktøy og virkemidler – eller ikke. Da er spørsmålet: det som blir påpekt om muligheten til å blokkere nettsider fra utenlandske spillselskaper som ikke har løyve i Norge, er et godt virkemiddel? Og vil det være aktuelt for regjeringen å ta i bruk dette virkemidlet? Som jeg har sagt, vil vi vurdere ulike typer virkemidler, inkludert dette virkemidlet, når vi legger saken fram for Stortinget neste høst.

minutter. Regjeringens iver etter en liberalisering av spillpolitikken har fra første dag ført til sterke reaksjoner. Det står i skarp kontrast til statsrådens forsøk på å dreie debatten i dag over på et slags ryddeprosjekt etter forrige regjering. Frivilligheten, idretten har et nært forhold til det som har vært enerettsmodellen i mange år, nettopp på grunn av Norsk Tippings overskudd og tippenøkkelen. Men det jeg tror regjeringen og regjeringspartiene har oversett, er det faktum at det eksempelvis for idretten er vesentlig ikke bare at man finansieres, men også hvordan man finansieres. LNU – eller Norges barne- og ungdomsorganisasjoner – er tydelige på at de ikke ønsker inntekter fra spill som bidrar til spillproblemer og spilleavhengighet. De minner oss om automatforliket. Organisasjons-Norge har nærmest stått i kø for å sikre at vi ikke åpner for aktører som har svakere beskyttelsesregime enn Norsk Tipping. Hvis det er noe mer enn ord bak regjeringens frivillighetserklæring, burde det føre til en umiddelbar avlysning av alle former for spilliberalisering sammen med blokkering for reklame for ulovlige spill og holdningsløse spillselskaper. Det

Norge har få problemer med spilleavhengighet sammenlignet med andre nasjoner. Verdens strengeste ansvarlighetsregime fungerer etter hensikten. Kontroll og styring med tilbudene fra Norsk Tipping er mye større fordi selskapet er heleid av staten. Uheldige følger av spill kan enkelt reguleres med «en telefon til Hamar». Hamar». Enerettsmodellen har den fantastiske tilleggseffekten at hele overskuddet tilfaller gode formål til samfunnsnyttig og humanitært arbeid, til kultur og idrett. For hver krone som blir igjen etter premier, gir enerettsmodellen 62 øre til gode formål. En framtidig lisensmodell lik den danske gir kun 20 øre. Det blir rett og slett mye mer penger til gode formål med en enerettsmodell. Dagens modell gir tre ganger så mye penger av overskuddet til samfunnsnyttig, frivillig arbeid. Det er fornuftig, rasjonelt og økonomisk gunstig for storsamfunnet. Aktører som ønsker seg inn i Norge, argumenterer med at det blir mer penger til gode formål ved en lisensordning. Det blir det ikke. Lisensieringen og konkurransen vil spise av Norsk Tippings overskudd. Man «bytter ut» 62 øre med 20 øre per krone til barne- og ungdomsarbeid. Skal det bli mer penger av slikt, må det spilles for tre ganger så mye, med de negative konsekvensene det har for spilleavhengighet. De utenlandske spillselskapene ønsker seg ikke inn i Norge for å styrke norsk frivillighet – tvert imot. Selv om man hiver alle reguleringshensyn på båten, vil ikke en lisensordning gi mer penger til overskuddsmottakerne enn enerettsmodellen. Vi hører stadig at de utenlandske selskapene sier at idretten i Danmark har fått tilført hundrevis av millioner kroner etter innføringen av en lisensordning. Det er ren løgn. I høst måtte regjeringen i Danmark bevilge 50 mill. kroner ekstra til idretten som følge av fall i inntektene. Aktørene som i dag omgår norsk lov, slutter ikke å tilby sine tjenester selv om noen får lisens. Så lenge det ikke finnes sterkere kontroll med tilbudet fra utlandet, vil det alltid være et gråmarked. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen øker innsatsen for å stoppe uønsket reklame for spill. Vi vil at regjeringen skal forsterke loven som forbyr betalingsformidling, og vil at regjeringen skal ta i bruk blokkering av IP-adresser til de samme selskapene. I dag la Sentio Research fram en undersøkelse i Kulturnytt som viser at 7 av 10 i Norge er for blokkering av IP-adresser slik det allerede gjøres i 15

verdi fordi de går til humanitære organisasjoner i utlandet. Ellers er jo Kristelig Folkeparti gjerne opptatt av at bistanden for øvrig til utlandet ikke skal holdes opp mot penger som brukes humanitært hjemme. Men spill eller ei, og om man er glad i det, eller ikke, så får i alle fall representanten håpe på vinnerlykke for Pantelotteriet i den forestående trekningen og ta det med i sin aftenbønn.

når man snakker f.eks. om å blokkere IP-adresser eller ta til orde for å hindre ulovlig reklame, som det kalles – den sendes jo da til Norge fra andre land og er per definisjon ikke juridisk ulovlig i Norge – vil man disse tingene til livs, mens en del andre prosesser skal stilles i bero. Så jeg er noe undrende til den oppfordringen. Det er altså slik at det kommer en stortingsmelding med en helhetlig gjennomgang av norsk spillpolitikk, hvor disse og andre punkter kommer til å bli nøye drøftet.

hvorfor ikke regjeringen kan vente med de fem lotteritillatelsene inntil pengespillmeldingen er ferdig. Jeg bare gjentar det: I og med at ESA åpnet sak mot Norge med bakgrunn i et uryddig regelverk og uryddig praksis på lotterifeltet var det nødvendig raskt å få på plass endringer. Disse endringene førte til at det ble fastsatt et nytt regelverk i februar i år, med klare og forutsigbare vilkår for de private aktørene. Tillatelsene ble utlyst, og Lotteritilsynet er nå i gang med vurderingen av disse søknadene. ESA har forutsatt at vi tildeler disse lotteritillatelsene i løpet av 2016. Vi ønsker nå ro rundt dette feltet for å sikre at saken ikke blusser opp igjen, og det er det som er grunnlaget for at ESA nå har lukket saken. De er trygge på det som vi har sagt at vi kommer til å gjøre.

Og vi har krav til de fem nye lisensene som nå gis – eller til disse lotteriene – at de skal være ikke-vanedannende. Vi tror det er veldig viktig å understreke overfor alle sammen at selvfølgelig har også Norsk Tipping i dag spill som har bidratt til at det faktisk er noen som har blitt spilleavhengige. Det er jo ikke sånn at Norsk Tippings spill ikke har vært med på å medføre det – det er også veldig viktig å understreke. understreke. Så har jeg også lyst til å si til Bekkevold at 50 pst. av overskuddet fra de fem nye lotteriene går til humanitære organisasjoner med internasjonal virksomhet. Jeg vet at 50 pst. av overskuddet fra de nye lotteriene skal gå til internasjonale humanitære organisasjoner – dette er

Så til representanten Eidem Løvaas: Vi velger å foreslå å vedlegge denne saken protokollen, nettopp i påvente av at det nå har blitt varslet en stortingsmelding. Men vi forventer selvfølgelig at de tingene som vi har pekt på i dette representantforslaget, blir kommentert og ivaretatt i denne stortingsmeldingen. Det er ikke snakk om at vi skal gå videre med noen punkter, mens vi skal vente med andre punkter til meldingen kommer. Vi vedlegger denne saken protokollen. Det har vi vært veldig klare på. Så til Pantelotteriet, for det er en ting jeg lurer på: Jeg registrerer at kulturministeren blir overrasket og skuffet over at vi i det hele tatt fremmer noe som helst i en merknad, eller sier noe i en merknad, som peker på Pantelotteriets framtid. Vi har fra vår side, altså fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkepartis side, bedt regjeringen om å vurdere hvordan Pantelotteriet kan videreføres og reguleres som det ikke-aggressive, ikke-vanedannende og ikke-pengeinnsatsbaserte spillkonseptet det er. Det handler egentlig bare om å få en klargjøring av Pantelotteriets posisjon. Hvis vi leser Høyres og Fremskrittspartiets merknader, ser vi at Høyre og Fremskrittspartiet har gått hver for seg. To regjeringspartier har altså sine egne særmerknader. Høyre sier: «Disse medlemmer vil vise til at regjeringen har utlyst fem lisenser for ikke-vanedannende lotterikonsepter, og merker seg at Pantelotteriet vil kunne ivaretas dersom det tildeles lisens i denne ordningen. Disse medlemmer ber likevel om at denne type lotterier som ikke er vanedannende, har høy andel bidrag til humanitært arbeid, ikke gir mulighet for gjenspill på gevinst, og i tillegg ikke har penger som innsats, ses særskilt på i den varslede stortingsmeldingen om spillpolitikk.» Her tar altså Høyre til orde for at man kanskje kan ha en særordning når det gjelder skriver i sin merknad: «Disse medlemmer vil be regjeringen finne en løsning som sikrer Pantelotteriets framtid. Disse medlemmer vil vise til at én løsning kan være å forskriftsfeste en særregel som innvilger lotterier, som ikke er vanedannende og der penger ikke brukes som innsats, en varig tillatelse forutsatt humanitært formål.» Det er litt underlig at kulturministeren ikke en gang kan kommentere disse merknadene fra de to regjeringspartiene.

har kulturministeren full støtte til – dreier seg om hvorfor man ikke rydder den finske veien. Hva sa ESA da man prøvde å rydde den finske veien og ville legge disse lotteriene inn under Norsk Tipping uten å måtte gi flere anledning til å være med og konkurrere om de norske spillepengene? Hva sa ESA til det? Det kunne det vært interessant å høre kulturministeren redegjøre for.

da? Hva skjer med de humanitære organisasjonene som driver virksomheten sin i Norge? Kommer de til å få kompensert dette? Det må kulturministeren kunne svare på i en sak som er så viktig for finansieringen av frivilligheten i Norge, og som alle sammen er opptatt av. Det henger altså fortsatt igjen noen helt vesentlige spørsmål. Det siste som jeg også kunne tenke meg at kulturministeren kommenterte, er følgende: Det tidligere innstillinger hvor regjeringspartiene har sagt at fem lotterier og 300 mill. kr er rent for lite. Man bør ha høyere beløpsgrenser, og man må ha flere lisenser. Har kulturministeren nå overkjørt sine i Stortinget og bestemt at sånn skal det ikke være? Kan man garantere for at man ikke får en utvidelse i tiden framover? Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Dette er

sørget for at enerettsmodellen er sikret. Det har hastet å gjøre noe med det. De varslet sak mot oss. De sa helt konkret hva det gjaldt. Den historien kan ikke diskuteres, selv om noen her har prøvd å fortelle en annen historie. Det var det som det gjaldt. Det var de som lå på utsiden, og som ikke var i et system og i en behandling som ga likebehandling. likebehandling. Så rydder de opp i det, kjapt og effektivt, for at det ikke skal bli noen sak, og så blir det altså tordentaler om å utsette det og alt mulig. Jeg lurer på om vi kan få folk til å komme opp på talerstolen og si hvem her som var villig til å gamble på at ESA sikkert ikke ville gjøre noe med det, ESA pleier ikke å åpne saker og gjøre noe med ting. Hvem ville gamblet på det? Tenk så igjennom hva alternativet var. Det hadde vært at vi ikke lenger hadde hatt enerettsmodellen. Hvordan ville det da gå med pengene til dem som nå får penger fra Norsk Tipping? Det har jeg lyst til at de som var villig til å gamble på det, som vil utsette det, og som ikke ville gjøre disse grepene, skal svare på. Det er realiteten, og en kan prøve med alle mulige historiefortellinger, men fakta ligger på bordet: Det er hva ESA har påpekt, hva de mente vi måtte rydde opp i, og at de trakk saken da det ble ryddet opp i det. Det kan ikke være veldig vanskelig. Så har det vært en tordentale om lisens. Det er jo ikke tema i det hele tatt. Det har ikke vært tema i det hele tatt at det skal innføres. Det er ikke et tema. Det blir sikkert omtalt i den meldingen som kommer. Så det er litt underlig å høre på det. Jeg tror vi skal være glade for at regjeringen nå har ryddet opp. At det nå kommer noen lotterier på utsiden av Norsk Tipping, måtte til for å rydde opp. Hvor de pengene kommer fra, vet vi ikke. Jeg er nok redd for at det bare blir kjøpt lodd for det også, og at det andre fortsetter som før. Jeg er bekymret for totaliteten, også for det som skjer innenfor Norsk Tipping, og gleder meg til å gripe fatt i det når vi får en helhetlig melding. Jeg tror det er der vi skal sette inn ressursene. Kårstein Eidem Løvaas
Elvestuen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

Arbeiderpartiet også, i og med at Arbeiderpartiet var veldig fokusert på at man ikke kunne vente på den forestående meldingen. Så der er det blant forslagsstillerne faktisk ganske stort sprik. En kort kommentar til den såkalte finske veien, som Aasrud var inne på. Vel, det er sikkert noen fordeler der og noen erfaringer å hente fra Finland også. Den største utfordringen vil være å se på hvorfor spilleavhengighet er et større problem i Finland enn i

Verken når det gjelder spilleavhengighet eller når det gjelder finansiering av gode formål, er lisensiering av det gode. Så derfor håper jeg heller ikke, når det gjelder den framtidige stortingsmeldingen, at lisensordningen blir utredet noe videre, eller omtalt noe spesielt. Arbeiderpartiet støtter at regjeringen legger fram en ny stortingsmelding, men ansvarlighet og forutsigbarhet må ligge til grunn i en slik stortingsmelding. Vi håper at meldingen har som premiss at enerettsmodellen skal bestå, og aller helst styrkes, og at enhver framtidig spillpolitikk skal ivareta hensynet til spilleavhengige og spilleavhengighet. I tillegg må man sikre at inntektene fra pengespill skal tilfalle barn og unge i framtiden. I et fellesmøte med de nordiske idrettsforbundene i september i år i Ålborg var det ingen tvil om at den norske modellen var godt

disse organisasjonene. Bare for å slå fast på slutten her: Det nye lotteriregelverket vil ikke velte enerettsmodellen. Under EØS-avtalen er det mulig å ha et begrenset privat lotterimarked samtidig med en enerettsmodell på spill og lotterier. Regjeringen vurderer det slik at endringene som nå er vedtatt, er innenfor EØS-avtalen, og det har vi altså fått bekreftet også gjennom ESA. Det har alltid vært sånn at det er private lotterier ved siden av enerettsmodellen i Norge. Det var også praksis under forrige regjerings regime, og det er ikke det det har vært uenighet om. Men det har kanskje vært en uenighet om hvor mange, og det som jeg har kritisert, og som er et faktum, er at det var en ulik praksis som lå til grunn, som nettopp var med på å bidra til at det ble uryddighet. Jeg bare påpeker igjen at det nye regelverket likebehandler de private lotteriaktørene, og det vil altså gi nye inntektsmuligheter for frivilligheten. Lotteriene skal ikke utfordre enerettsmodellen, og de er heller ikke vanedannende, de skal ikke bidra til at man faktisk får Det er jo et faktum at det er de interaktive spillene som er farligst, ikke lotteriene, og kravet – jeg gjentar igjen – til de fem nye er at de ikke skal være vanedannende. Og også Norsk Tipping har spill i dag i kategorien «farlig», f.eks. «oddsen» er med på å bidra til det. det. Derfor er ansvarlighetstiltakene også veldig viktige, og også at spilleregler raskt kan endres av departementet hvis det viser seg at det er nødvendig å stramme inn. Så synes jeg faktisk at det kan være på sin plass også å nevne at det var jo nettopp det at det var gitt tillatelse til et nasjonalt lotteri, Panto, altså Pantelotteriet, som bidro til at man fikk den utviklingen som man gjorde, mens andre, tilsvarende søknader ikke

der

ja. Så er

veldig viktig. Så

det er

ja,